Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet. Representanten Sylvi Listhaug forsøkte her å be om ordet. Møtet er hevet.